da klar til å gå til votering. Under debatten er det satt fram i alt tre forslag. Det er forslag nr. 1, fra Carl I. Hagen på vegne av Fremskrittspartiet forslagene nr. 2 og 3, fra Seher Aydar på vegne av Rødt

støtte til forslaget. Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.